så vær så god.

Eksportverdien utgjorde i 2012 hele 51,6 mrd. kr, og dette er Norges tredje største eksportnæring. Dette er en næring for framtiden, og de veivalg vi nå gjør, vil være avgjørende for både næringen og våre livskraftige kystsamfunn. Senterpartiet er derfor fornøyd med regjeringens store visjon i sjømatmeldingen om at Norge skal være verdens fremste Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for en framtidsrettet sjømatnæring – en næring med et stort potensial for utvikling langs hele kysten. Det er derfor viktig at meldingen omfatter hele verdikjeden, fra primærledd til marked. Regjeringen er opptatt av å styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling, kvalitet og marked. I tiden framover blir særlig fokus på marked og markedsføring viktig. Samtidig er Senterpartiet og regjeringen opptatt av at sjømatnæringen skal komme kysten og kystbefolkningen til gode og bidra til å skape livskraftige kystsamfunn. For Senterpartiet er dette perspektivet helt avgjørende.

Denne næringen har et stort potensial for vekst og kan bli Norges nye eventyr til havs. Vi er også svært opptatt av at det skal legges til rette for en variert struktur i næringen. Senterpartiet er særlig opptatt av de lokalt forankrede selskapene, med mange små og mellomstore bedrifter – dette fordi det særlig er disse bedriftene som er viktige samfunnsbyggere i sine lokalsamfunn. Senterpartiet er også tilfreds med at det i meldingen varsles at kommunene skal få en del av det økonomiske vederlaget fra nye konsesjoner i Med dette tiltaket får kommunene mer tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen. Senterpartiet er fornøyd med at det i meldingen legges opp til en framtidig arealstruktur som ivaretar hensynet til små og mellomstore aktører i oppdrettsnæringen, og tar opp i seg de erfaringene som finnes fra lokalt og frivillig arbeid. Senterpartiet vil understreke betydningen av dette arbeidet når det nå skal utarbeides videre opplegg for produksjonsområder, soner og branngater. Dette innebærer at den modellen som ble lansert i Arealutvalget, eller det såkalte Gullestad-utvalget, ikke blir gjennomført. Senterpartiet vil understreke at det allerede gjøres viktig og koordinert arbeid i næringen – med synkronisert utsett og brakklegging – og at det er viktig å bygge videre på de erfaringene som er gjort. Vi vil også understreke betydningen av lokal og regional kystsoneplanlegging. Det er i denne sammenhengen svært viktig med et godt samspill mellom kommunene i de ulike regionene og fylkeskommunen. Bærekraftig utvikling er viktig for havbruksnæringen, og det er derfor av stor betydning at næringen arbeider videre med de utfordringer den har med lus og rømming. Dette er områder som de må vie stor oppmerksomhet i tiden framover. Fiskerinæringen er grunnlaget for bosetting i mange kystsamfunn, og Senterpartiet er opptatt av å styrke fiskerinæringen ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet flåte som gir grunnlag for Senterpartiet har alltid hatt en forsiktig tilnærming til struktur, men støtter regjeringens forslag til justering av kvotegrunnlaget innenfor de enkelte flåtegruppene, med sikte på å styrke lønnsomheten i kystflåten – dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringen i dag for fartøygruppene over 11 meter, slik at vi sikrer mest mulig like forhold. Derfor er vi veldig fornøyd med at vi nå får en valgfri strukturordning for flåten over 11 meter. Fartøygruppen under 11 meter får fortsette som før uten struktur – inkludert samfiskeordningen. Det er vi i Senterpartiet fornøyd med. Det skal også lages en egen utredning om kvotetilgang og lønnsomhet for denne gruppen. La meg også understreke at vi slår ring om prinsippene i råfiskloven og deltakerloven, som vi kommer tilbake til. Sjømatindustrien skal få en egen utredning framover. Det er særdeles viktig.

av bl.a. torsk, slik at man kan strekke produksjonen og ha råstoff tilgjengelig når markedet vil ha det – mener representanten at det å vurdere om kystflåten kunne få en del av de rettighetene som det i dag er knyttet leveringsforpliktelser til, kunne egne seg til å oppfylle flere av regjeringens visjoner? Kystflåten kan fiske levende fisk, kystflåten kan levere fersk fisk av Kystflåten kan fiske levende fisk, kystflåten kan levere fersk fisk av ypperlig kvalitet, og kystflåten er faktisk også såpass liten at den kan levere til alle de kaiene som i dag påberoper seg leveringsplikt. Senterpartiet er veldig klar på at leveringsforpliktelsene skal var også på dette grunnlaget disse konsesjonene ble gitt. Kystflåten er i dag særdeles viktig for å forsyne veldig mange anlegg med fersk fisk. Hvis leveringsforpliktelsene framover ikke blir overholdt, må man ha en ny diskusjon om hvem rettighetene skal gå til. Hvis det er dette representanten her tar opp, at man da til. Hvis det er dette representanten her tar opp, at man da skal flytte grunnlaget over til kystflåten, får man ta det opp dersom leveringsforpliktelsene ikke blir opprettholdt – når kravene nå blir innskjerpet. Vi er fra Senterpartiets side opptatt av at kystflåten skal ha en sterk rolle. Det skal den fortsatt ha. Samtidig vet vi at veldig mange landanlegg var tuftet på at leveringsforpliktelsene skulle bli opprettholdt. Det må vi

Høringsnotatet viser også at leveringsplikten ikke er oppfylt i Finnmark. En innstramming her er på sin plass. En av de tingene som regjeringen ba om å få tilbakemelding på, var å innføre bearbeidingsplikt når det gjaldt hyse. 90 pst. av landet hyse skal bearbeides. Høringssvarene har en fått. Der blir det, etter min mening, utvetydig påvist at det i historisk tid ikke har vært mulig å tjene penger på å filetere

Reiten vil jeg si at for Senterpartiet er det overmåte viktig at leveringsforpliktelsene blir opprettholdt. Det er også viktig at kravet til bearbeidingsplikt blir gjennomført. Så får vi se nærmere på de høringsinnspillene som er kommet, om det skal være enkelte justeringer av dette forslaget. Bearbeidingsplikten handler om at man ikke bare skal kunne ta fisken på land og så sende den videre. Vi er opptatt av at dette skal gi arbeidsplasser på land, og da er det viktig at det er stilt krav om at den skal bearbeides, slik at det skal være mulig å skape

Vår felles visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon nå og i framtiden. Ifølge en rapport som regjeringen har fått utarbeidet, vil norsk sjømatnæring ha et økonomisk omsetningspotensial på hele 550 mrd. kr i 2050, altså en seksdobling i forhold til i dag. Det store spørsmålet blir da: Hvordan kan næringen i dialog og samarbeid med politiske myndigheter nå et så ambisiøst mål? La meg innledningsvis understreke at Kristelig Folkeparti stiller seg bak visjonen om fortsatt vekst i alle sektorer av norsk sjømatnæring. Samtidig vektlegger vi, med utgangspunkt i vår ideologiske forankring, prinsippet om et aktivt forvalteransvar når det gjelder ressurser og miljø. Vi merker oss derfor med tilfredshet at sjømatmeldingen inneholder et helt kapittel om bærekraftig forvaltning av naturressursene. Regjeringen legger til grunn at sjømatnæringen skal utvikle seg videre innenfor rammen av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det blir også understreket at forvaltningen av sjømatnæringen skal baseres på prinsippet om føre-var-tilnærming og økosystemtilnærming. Dette er sterke, klare og viktige signaler fra regjeringen, som Kristelig Folkeparti vil støtte. Vi vil i vår praktiske politikk også gjøre vårt ytterste for at disse ordene skal bli fylt med innhold når politiske myndigheter skal legge rammer for forvaltningen av norsk sjømatnæring. I et kort innlegg er det ikke mulig å komme inn på alle sider ved utviklingen av norsk sjømatnæring slik den blir beskrevet i Jeg må derfor innskrenke meg til noen forhold som har vært viktige for Kristelig Folkeparti i arbeidet med behandlingen av meldingen. Spørsmålet om innretningen på kvoteordningen for kystflåten fikk stor oppmerksomhet i forbindelse med framleggelsen av sjømatmeldingen. Regjeringen signaliserte i utgangspunktet en heving av kvotetaket både for fartøy over 15 meter og for fartøygruppen 11–15 meter. Samtidig ble det gitt klare signaler om at regjeringen ønsker en økt spesialisering for det enkelte fartøy innen enten pelagisk sektor eller torskesektoren når kvotetaket er nådd. Regjeringen uttrykte derfor en målsetting om å innføre en kvotefordeling på 4+2 for fartøy over 15 meter og 3+1 i fartøygruppen 11–15 meter. Vi i Kristelig Folkeparti har merket oss at Norges Fiskarlag i sine høringsuttalelser til sjømatmeldingen argumenterte sterkt imot at kystfiskeflåten skulle tvinges inn i et system med økt spesialisering. Kristelig Folkeparti tok derfor på et tidlig tidspunkt til orde for frivillighet for det enkelte fartøy når det gjelder kvotefordeling mellom pelagisk sektor og Vi fremmer i dag, sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, forslag om å be regjeringen sikre en slik valgfrihet ved at eier av fartøy over 15 meter og eier av fartøy i kategorien 11–15 meter også kan velge en kvotefordeling på henholdsvis 3+3 eller 2+2 innenfor kvotetaket. Vi er samtidig glade for å se at samtlige parti – også regjeringspartiene – etter hvert sluttet opp om det som hele tiden har vært primærstandpunktet til

Flertallet ønsker at dette skal være et engangsvederlag i form av en del av konsesjonsavgiften. Kristelig Folkeparti foreslår derimot en modell tilsvarende den som Nettverk fjord- og kystkommuner tar til orde for i sin høringsuttalelse, nemlig en årlig avgift beregnet ut fra areal på oppdrettsanleggene. Vi setter da som en forutsetning at dette ikke skal føre til økte utgifter for oppdrettsselskapene, men at arealavgiften skal være fradragsberettiget ved utligning av skatt. På vegne av

bakgrunn, den behandlingen vi nå har hatt, ser det ut som det er langt fram til enighet mellom Kristelig Folkeparti og høyrepartiene i fiskeripolitikken. Jeg skal bruke samme ord som ble brukt mot SV: Føler Kristelig Folkeparti seg bekvem med at man står nærmere de rød-grønne enn høyrepartiene i fiskeripolitikken? Jeg vil aller først si at jeg synes det er kjekt å legge merke til at vi blir oppfattet som tydelige i spørsmål som gjelder fiskeripolitikk og distriktspolitikk. Vi var sammen i Tromsø, og representanten Hansen vet at jeg der også var veldig tydelig og sa klart ifra bl.a. om at prinsippet om at fiskersiden skal ha siste ordet når det gjelder fastsettelse av minstepris, ligger fast for oss, i tillegg til prinsippet om leveringsplikt for fartøy med Der sa jeg også at dette er prinsipp som er viktige for oss, også når vi skal forhandle med andre parti. Vi er villige til å snakke med alle, men jeg tror nok også mine gode kolleger i Høyre og Fremskrittspartiet vil være enige i at når vi skal komme fram til enighet, er kanskje ikke det det første vi skal begynne å snakke om. Kristeleg Folkeparti er Kristeleg Folkeparti er opptatt av miljø når det kjem til akvakultur. Regjeringa foreslår å endre akvakulturlova § 11 sånn at vi kan påleggje aktørane å betale nødvendige miljøundersøkingar. Den merknaden sluttar ikkje Kristeleg Folkeparti seg til i innstillinga.

til å innføre ny teknologi som kan redusere faren for bl.a. lus og rømming av fisk. Vi ønsker altså istedenfor en modell der selskapene, når de kan dokumentere at de har innført tiltak for bedret sikkerhet og miljø, skal få betale inn mindre til en slik ordning og dermed få et økonomisk incentiv til å innføre ny teknologi.

med mange små og mellomstore bedrifter, utgjør viktige hjørnesteinsbedrifter i mange kystsamfunn med stort potensial for utvikling, eller er Kristelig Folkeparti opptatt av å innføre en forvaltning og krav som vil gjøre det umulig for disse bedriftene å utvikle seg videre? Jeg er glad for det spørsmålet. Jo, Kristelig Folkeparti mener at dette er en svært viktig næring, som har et potensial for å vokse. Men i meldingen snakker en om økonomisk, sosial og biologisk bærekraft. bærekraft. Skal utviklingen kunne karakteriseres som en suksess, må en jo drive i samsvar med alle bærekraftkriteriene. Når det gjelder mengden volum fisk i sjøen, har det vært en suksess. Når det gjelder antallet arbeidsplasser som er skapt og verdier som er skapt, har det absolutt vært en suksess. Men når det gjelder miljøet, mener faktisk vi i Kristelig Folkeparti at det er et godt stykke igjen før vi kan si at oppdrettsnæringen har vært en ubetinget suksess de siste ti

og ta Norge videre som verdens fremste sjømatnasjon. Med sjømatmeldingen tar vi veivalgene som gjør det mulig å realisere det enorme potensialet som er skissert for denne næringen. Vi fikk det formidlet gjennom rapporten som sa at vi kan nå en omsetning i næringen på 550 mrd. kr innen 2050, i Norge.

Årlig bruker vi i overkant av 3 mrd. kr på marin forskning. Det offentlige står for en stor del av den marine forskningen, med over 60 pst. finansiert av myndighetene. Vi skal styrke den offentlige delen, men næringen må også selv være med. Derfor har jeg foreslått å øke forskningsavgiften, som i praksis er et stort spleiselag fra ulike deler av til tiltak som øker den samlede kompetansen i næringen. Å investere i og videreutvikle og foredle den enorme kunnskapen som fiskere, oppdrettere og andre sitter på, er en av de beste investeringene vi kan gjøre. Det er nettopp det tette samspillet mellom som har gjort at vi leverer utstyr til fiskeri og oppdrett over hele verden, og vi – regjeringen – vil bygge opp under dette samspillet. For to år siden ba jeg noen av Norges beste kompetansemiljøer i skjæringspunktet mellom forskning og næringsutvikling samle innspill fra forskningsmiljøene og og gi oss råd om hvordan vi strategisk burde rette inn forskningsinnsatsen på havområdene. Deres arbeid munnet ut i rapporten «HAV21 – en havnasjon av format». Rapporten vil vi følge opp i handlingsplanen Marint kunnskapsløft. Vi håper å kunne legge fram handlingsplanen allerede til høsten. En annen bærebjelke i stortingsmeldingen er lønnsomhet.

På den annen side har teknologisk utvikling og bedre metoder gitt fiskerne mulighet til å drive mer effektivt og med færre mannskap. Skal fiskerne ha inntekter som gir lønnsom drift, og ikke minst midler til å investere, må inntektene følge pris- og lønnsutviklingen i samfunnet ellers. Dette er viktig for rekrutteringen. I sjømatmeldingen åpner vi for at fiskerne kan samle flere fiskekvoter på én båt. Det

båt. Det siste har med økt sikkerhet å gjøre. I dette spørsmålet har vi vært svært opptatt av å ha dialog med fiskerne selv, og jeg vil benytte anledningen til å rose Norges Fiskarlag for det gode samarbeidet vi har hatt om dette og om andre spørsmål. Også for industrien – landdelen av sjømatnæringen – er lønnsomhet avgjørende.

Leverandørindustrien vies en viktig plass – et område som har et stort potensial. Det er mange rammevilkår vi som politikere setter for næringen. Det viktigste for en eksportrettet industri, til tross for at jeg mener den meldingen vi diskuterer her i dag, er verdens viktigste, så må jeg likevel erkjenne at en trygg økonomisk politikk er hakket viktigere. Jeg må derfor

meg. Prosjektet handlet om makroalger, eller det mange på godt norsk vil kalle tang og tare. De peker på potensielle bruksområder, som menneskemat, dyrefôr og ikke minst biodrivstoff. Kan biodrivstoff fra makroalger være et alternativ til biodrivstoff produsert på mulig matjord,

kan være et virkemiddel. Jeg legger til grunn at selskapene innretter seg etter de avtalene som er inngått på dette området. Jeg registrerer at det mest berørte selskapet syntes at det var kloke, men tøffe krav man satte i et nytt eierskapsbegrensningsregelverk. I et bærekraftperspektiv snakker man om økonomisk bærekraft, økologisk bærekraft – gjerne sosial bærekraft. Når det gjelder havbruksnæringen, har man over år vokst, innovert og

Nå er man kommet til det punkt at man først skal stille kravene, så er det kanskje mulighet for at man kan få være med, og så skal man ikke få informasjon om mulighetene for vekst hvis man får en konsesjon. Vi har foreslått at vi kikker på en modell der man har mer forutsigbar vekst, samtidig som det følger strenge bærekraftkriterier med den – å bruke forutsigbar vekst og mulighet til økt produksjon og økt lønnsomhet samtidig som man

til framtidig vekst på miljømessig bærekraft. Her må man innfri på en del miljøparametrer. Det handler ikke minst om at fisken skal være inni merden, at man godtgjør så rømningssikre anlegg som mulig, og at man godtgjør at man har nye, gode løsninger knyttet til lus. Så blir det opp til de forskjellige aktørene

enn det har gjort til nå. Det kan også være på tider av året der sjøtemperaturen er høy, med dertil store problemer med lakselus. Er det en bekymring statsråden deler – at luseproblematikken kan bli forverret med gjennomsnittlig rullerende MTB? Eller er det en problemstilling som statsråden mener er

gjennomsnittlig rullerende MTB. Men når det er sagt, har jeg veldig stor forståelse for – særlig når det gjelder den delen av laksenæringen som driver med videreforedling – at det er en stor utfordring for dem å være leveringsdyktige 364 dager i året med den faste MTB-en, slik den er nå. Men vi skal utrede effektene av det. Replikkordskiftet er over.

det har faktisk regjeringen denne gangen klart å gjøre. Det er en rekke tiltak på en rekke områder som foreslås i sjømatmeldingen, og gjennom høringen fikk komiteen understreket at det var bred tilslutning til meldingen. Det var også en bred tilslutning til det strukturforslaget regjeringen hadde lagt fram – i høringen. Men det var ett ankepunkt i tilknytning til den strukturordningen som var foreslått, strukturordningen som var foreslått, og det var at de fleste ønsket større grad av valgfrihet i tilknytning til strukturordningen. Det har vi imøtekommet. Vi har ikke snudd, men vi har lyttet, og så har vi imøtekommet det som var det eneste vesentlige ankepunktet mot den sjømatmeldingen som var lagt fram. Sånn sett er det godt innfridd, og vi har imøtekommet fiskernes synspunkter i tilknytning til den sjømatmeldingen som er lagt fram. Vi har altså en sjømatmelding med en rekke tiltak som lanseres, sånn at vi kan nå målene våre og visjonene som ligger for Norge som sjømatnasjon i de neste årene, og ikke minst ta del i en verdiskapingsøkning som er mulig.

at Stortinget kunne se hva Høyre mente om sjømatsektoren når en har denne behandlingen. Men det har de altså valgt ikke å gjøre. De har valgt ikke å legge den fram, men skal visstnok komme med den senere i uken. Det synes jeg er meget underlig, så lenge de skal skrive alternative meldinger, Og jeg tror jeg må friske opp representanten Bakke-Jensens hukommelse. Min opplevelse var i hvert fall ikke at den ble godt mottatt. Det eneste stedet den i så fall kan ha blitt godt mottatt, må ha vært i Høyres Hus. Så prøver Høyre å gjøre et poeng av at vi nå går tilbake igjen til Ludvigsens tid. Nei, heldigvis gjør vi ikke det. Ja, vi gjennomfører en videreføring av strukturkvoteordningen. Men det er et grunnleggende prinsipp som ikke ligger i det flertallet nå gjør, og det er å foreslå evigvarende kvoter. Er det noe som er å understreke at fiskeriressursene er fellesskapets eie, så er det altså ikke å tildele evigvarende kvoter. Gjennom den innstillingen som foreligger, er jeg usikker på

evigvarende kvoter så lenge det er omsettelighet – salg og kjøp – av kvoter. Så de har i hvert fall opprettholdt sitt synspunkt fra 2006. Men det er greit å få avklart det, for det er ganske vesentlig for hvordan en da tenker seg ressursene. Jeg er veldig glad for at fiskeriministeren veldig tydelig presiserer den merknaden som vi har skrevet inn om konsesjoner. Hvis ikke betingelsene oppfylles, kan konsesjoner inndras. Ja, det skulle bare mangle. Hvis myndighetene setter konsesjonskrav, enten det er ved en eiersits ut over 25 pst., eller det er andre betingelser i tilknytning til en konsesjon, må jo betingelsene oppfylles og følges opp i ettertid. Det er en konsekvens av at betingelsene er satt – noe annet ville jo vært sterkt urimelig. Så til slutt: Når det gjelder akvakulturloven, er alle enig om at det er viktig med bærekraft. Men på de andre punktene, hvor en går inn for å sette strengere regler og strengere forhold og reguleringer i tilknytning til miljømessig bærekraft, spriker opposisjonen i alle retninger. Jeg må konstatere, eller jeg tror, at det vil være ubehagelig å være KrF-er i den erkjennelsen. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Fisken i havet har vore vårt gull i mange hundre år. Sjømatnæringa har stor betyding for verdiskaping, sysselsetting og

fortrinn har vi verkeleg innanfor sjømat. Når det gjeld areal, utgjer kyst- og havområda våre sju ganger landareala våre, og på fleire område er Noreg alt verdas fremste sjømatnasjon. Vi er verdas nest største eksportør av sjømat, vår forvalting av fiskeri og havbruk er blant det fremste i verda når det gjeld kompetanse, utforming av reguleringar, evne til å implementera reguleringane og andre tiltak, ikkje minst innanfor berekraft. Sjømatindustrien er avhengig av lønsame bedrifter for å kunna sikra framtidig utvikling og vekst. Fiskeressursane er fellesskapet sin eigedom og skal derfor brukast på ein måte som bidreg til høgast mogleg verdiskaping gjennom heile verdikjeda, innanfor berekraftige rammer. Det er gode tiltak i sjømatmeldinga for å styrkja sjømatindustrien sine rammevilkår, m.a. at næringsansvaret for råstoffkvalitet og råstoffbehandling vert skjerpa og lagt til fiskesalslaga meir målretta innretning av forskingsmidlane til markedsretting, teknologi- og produktutvikling og utnytting av restråstoff. Det er bra at det vert sett ned eit utval som skal gjennomgå sjømatindustrien sine rammevilkår i ein NOU, som skal innehalda tiltak for auka lønsemd og verdiskaping i eit marknadsmessig perspektiv. Utvalet skal òg vurdera regionale verknadar og leggja til Arbeidarpartiet er òg svært nøgd med innspela frå høyringa i komiteen, og saksordføraren sitt syn vedrørande strukturering vert teken til følgje, og at vi dermed gjev valfridom på strukturering over 11 meter. Dette vil styrkja næringa. Tidlegare i dag diskuterte vi forskingsmeldinga, og vi i Arbeidarpartiet er glade for styrkinga av den offentlege finansierte marine forskinga som ligg i meldinga. Eit marint kunnskapsløft og ein handlingsplan for marin forsking og kompetanse er viktige tiltak for å sikra lønsemd og berekraft. Kunnskapsløftet handlar ikkje berre om meir pengar til forsking. Vi må òg sikra at forskinga vert brukt på riktige område, og at forskinga vert teken i bruk. Næringa må ha tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse. Auke av rekrutteringskvotar kan vera eit viktig bidrag her. rekrutteringskvotar kan vera eit viktig bidrag her. Det er òg viktig at vi styrkjer både den langsiktige grunnleggjande forskinga og den brukarnære forskinga. Verda har et stadig aukande behov for mat, og Noreg kan spela ei sentral rolle i å auka matproduksjonen. Vårt mål er derfor at Noreg skal verta verdas fremste sjømatnasjon, og sjømatmeldinga dreg opp viktige ambisjonar for framtida.

spredning av lus og sykdommer. Dette må løses. Det er behov for økt kontroll med produksjonsbetingelsene. Lukkede merder gir en sånn kontroll, og jeg tror det vil vinne fram. Vi skal ikke bare være verdens største eksportør av oppdrettsfisk, vi skal også være fremst når det gjelder kvalitet. På sikt er kvaliteten nødvendig for næringas framtid. Jeg spiser oppdrettsfisk uten å være redd for helsa, og jeg deler Mattilsynets syn på at helsegevinsten ved å spise oppdrettsfisk er større enn faren for helseproblemer med den samme fisken. Men det er ingen grunn til at man skal stoppe arbeidet med å få bort helserisikoen ved oppdrettsfisk. Vi må ikke ha en situasjon der hensynet til kortsiktig gevinst går ut over hensynet til kvalitet. Det betyr at vi må være opptatt av fôret til fisken. I dag er over 70 pst. av fiskefôret vegetabilsk. Andelen omega 3 i fisken har gått kraftig ned på bekostning av omega 6. Omega 6 har vi for mye av, mens begrunnelsen for å spise fisk nettopp er at vi skal få i oss omega 3. Men fisken blir som oss – et resultat av hva den spiser. Når det gjelder fiskefôr fra marine ressurser, er problemet at fisken får i seg miljøgifter. Tranen som vi drikker, er renset for disse miljøgiftene. Det er sterk kontroll med norsk fiskemat, sånn at det som leveres til markedet, holder seg under grenseverdiene. Deler av bransjen jobber også mot EU for å få hevet disse grenseverdiene, men jeg mener at vi skal være opptatt av hvordan vi kan sikre at innholdet av omega 3 er stort i fisken, at det fortsatt er en fisk – ikke en flytende kylling, som noen kaller det og hvordan vi kan redusere miljøgiftene ytterligere, sånn at vi stolt kan si til verden at vi bringer dem bærekraftig og kvalitetsmessig sunn mat. Jeg fortsetter i samme spor som min gode komitékollega, representanten Lars gode komitékollega, representanten Lars Egeland, som holdt et viktig innlegg knyttet til havbruksnæringen og bærekraft. Havbruksnæringen er svært viktig for mange kystsamfunn når det gjelder sysselsetting og verdiskaping i dag, og vi håper og tror at næringen skal bli enda viktigere i Samtidig er vi i Kristelig Folkeparti klokkeklare på at en videre vekst forutsetter kontroll med negativ miljøpåvirkning fra oppdrettsanlegg. Før det er oppnådd, kan vi ikke tillate en vekst i samlet biomasse som igjen vil innebære en økt belastning på miljøet. Vi er glade for at regjeringen nå vil innføre bærekraftsindikatorer og grenseverdier for rømming av oppdrettslaks og spredning av lakselus. Vi er tilsvarende skuffet over den defensive ordbruken fra regjeringen når det gjelder beskrivelsen av prosedyrer ved overskridelse av grenseverdier, for i sjømatmeldingen brukes konsekvent ordene «vurdere tiltak» også etter at verifiseringen av tilstanden viser at grenseverdiene er overskredet.

I og med at det vil være relativt enkelt å innføre effektiv merking til en overkommelig pris for næringen, mener vi det også blir feil å innføre en ordning med økonomisk fellesansvar for å fjerne rømt oppdrettslaks i elvene. Regjeringen foreslår dette i Prop. 103 L.

Folkeparti foreslår derfor at regjeringen i stedet innfører en ordning der innbetalinger til opprydningsfondet blir differensiert på bakgrunn av faktorer som bl.a. sikkerhetsnivå på anlegg, sporing av fisk og andre sikkerhetstiltak. Gjennom sjømatmeldingen som vi nå behandler, viser regjeringen at den er opptatt av å styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det

i årene framover. Sjømatmeldingen er, slik vi ser det, en seier for mangfoldet, for de lokalt forankrede selskapene i havbruksnæringen. I Senterpartiet er vi svært tilfreds med at Arealutvalgets forslag om forvaltning at sjøarealene nå legges bort i sin opprinnelige form. Forslagene fra det såkalte Gullestad-utvalget favoriserte bokstavelig talt de største landsdekkende selskapene i og derfor har vi kjempet en kamp mot dette. For de deler av landet som har mange små og mellomstore oppdrettere, mange med egne slakteri, ville dette utvalgets forslag kanskje ha betydd at disse etter tre års drift hadde måttet brakklegge anleggene det fjerde året, med den alvorlige konsekvens at salg av lokalt eide oppdrettsanlegg hadde vært eneste Dette kunne ha blitt svært utfordrende for vitale fiskerisamfunn langs kysten, når man vet hvilke enorme positive ringvirkninger lokalt eierskap i oppdrettsnæringen har. Fra Senterpartiets side har vi vært opptatt av de små og mellomstore lokalt eide havbruksbedriftene – at de får opprettholde sin aktivitet og får mulighet til vekst. Det har lenge vært en uttrykt bekymring blant de små og mellomstore oppdrettsselskapene for forslagene fra Arealutvalget, og det er derfor en stor lettelse for næringen at den nå kan se framover og styrke sin aktivitet. Senterpartiet har bestandig kjempet kampen på vegne av de mange små lokalsamfunnene langs kysten, og dette er særdeles viktig. Senterpartiet er også opptatt av å sikre en lønnsom tradisjonell fiskerinæring. Sjømatmeldingen varsler tiltak som styrker kystflåten for å sikre rekruttering og fornying. Vårt utgangspunkt for det arbeidet var å styrke kvotegrunnlaget for kystflåten mellom 11 og 15 meter, og å få mest mulig like ordninger for kystflåten over 15 meter. Senterpartiet har bestandig vært tilbakeholden og skeptisk til omfattende strukturpolitikk. For fartøy under 11 meter tar således ikke meldingen til orde for strukturering, noe vi i Senterpartiet er tilfreds med. Men meldingen varsler en utredning om kvotetilgang og lønnsomhet for denne flåtegruppen, noe vi mener er riktig, sett i lys av de utfordringene flåtegruppen har i dag. Til slutt: Senterpartiet er opptatt av å styrke lønnsomheten i sjømatindustrien, og vi synes det er positivt at det nå nedsettes et eget offentlig utvalg som skal komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet for denne industrien.

Visjonen om å være verdens fremste sjømatnasjon er meget krevende, men dersom vi gir utviklingsmuligheter for en differensiert flåte, et levende kystsamfunn og en landbasert industri i toppklasse, er denne visjonen meget realistisk. Vi må ikke miste av syne den viktige distriktspolitiske rollen som fiskeriene og sjømatindustrien har hatt

gjennom bl.a. rekrutteringskvotene. Bærekraftig forvaltning, god ressurskontroll og bekjempelse av ulovlig fiske osv. har bidratt til å styrke bestandene på en måte som alle nå ser gevinsten av. Dette skal den rød-grønne regjeringen ha honnør for. Den norske rekeindustrien består i dag av fem bedrifter. Tre av disse ligger i Troms fylke, og de er av stor betydning der. Dette er topp moderne bedrifter, men den internasjonale konkurransen er stor, og mangel på råstoff er en økende utfordring. Jeg synes det ville være veldig trist dersom en så tradisjonsrik og viktig del av fiskerinæringen skulle bli nødt til å stoppe driften av de grunnene. Derfor håper jeg at det framover jobbes med å finne gode løsninger som sikrer denne næringen gode driftsmuligheter. Jeg er veldig glad for at en samlet komité veldig klart har slått fast at de marine ressursene er fellesskapets eiendom. Slik skal det være. Havbruksnæringens betydning for våre kystsamfunn er udiskutabel. Etter min mening ligger det godt til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer langs kysten vår. For å ha bosetting, sysselsetting og verdiskaping trenger vi en framtidsrettet fiskerinæring, slik denne meldingen legger veldig godt opp til. Dette er

Det er viktig at denne næringen er bærekraftig, som flere har vært inne på, med tanke på balansen mellom oppdrettsnæringen og det miljømessige – hensynet til miljøet. Hordalandsbenken her på Stortinget har jevnlig møter med næringen – med dem som representerer oppdrettsnæringen, og med dem som representerer de som har interesse for villaksen. Jeg ønsker å trekke fram et eksempel på hvordan man kan ta tak i villaksen for at den skal klare å holde seg, nemlig Vossolaksen. Man har hatt et prosjekt med Uni Research, som har jobbet iherdig med å få klekking av rogn på den stammen som Vossolaksen hører til. Jeg, som er fra Voss, husker disse engelske lordene som kom til Bolstad, og som var der for å fiske. Mitt poeng er at reiselivet og rammen dette har, og alle dem som har rettigheter i fjordene og i elvene når det gjelder laks og annen fisk, er viktig for at vi skal klare å holde rammene rundt miljø, sånn at begge deler kan være side om side. Da er forskningen særdeles viktig – det med ny teknologi, se på hvordan vi kan klare å stoppe rømning av laks eller annen oppdrettsfisk, og også det med lus. Der har vi kommet langt på vei. Jeg føler også at oppdrettsnæringen er imøtekommende og vil dette til livs. Er det mulig å få flere landanlegg, er det mulig å få flere lukkede anlegg til sjøs, og er det mulig å få anleggene lenger ut i sjøen? Dette er ting som vi må se på, og som også vil bedre det miljømessige. Er det mulig at vi kan bruke alternativ medisinering på fisken? Og ikke minst det med fôr: Hvordan skal vi fôre fisken som vi bruker til mat? Så skal det være lønnsomhet i alle ledd i verdikjeden når det gjelder fiskenæringen. Da er spørsmålet: Kan vi klare å ha mer foredling i Norge – er det mulig med tanke på den sterke konkurransen som er der ute? Et viktig poeng der er hvordan vi strukturerer flåten, noe som meldingen tar opp, og som er bra. Så til rammevilkårene i bransjen. Det at Hardangerfjordforskriften ble trukket tilbake, var fint for oppdrettsnæringen i Hordaland, men allikevel: Det å ha med seg hva som skal skje med villaksen, er viktig. Norge skal ha en internasjonal rolle når det gjelder matsikkerhet. Der må vi gå i front, for det har vi muligheter og ressurser til.

stor tilgang til fisk. Trålerne som fikk de gullkantede trålkonsesjonene, tok i mot dem, og de var fullstendig klar over betingelsene. Fisken skulle leveres ved spesifikke anlegg, i angitte kommuner eller regioner. Hensikten var å skaffe råstoff til fiskeindustrien og aktivitet på land. Trålerne hadde leveringsplikt. Denne endret Svein Ludvigsen til tilbudsplikt. ble etter hvert så uthult at svært lite av fisken som skulle komme på land i Finnmark, ble landet i Finnmark. Fisken havnet på frysehotell i Tromsø, i Ålesund eller andre steder, bare ikke der den skulle landes – i Finnmark. Kystbefolkningen i Finnmark har hatt ett legitimt krav: at fisken som er gitt til Finnmark, skal leveres til og

politisk styring av en næring. Politisk styring må også hensynta arbeidsplasser både på sjø og på land. I tillegg vet vi at markedssituasjonen for norsk fisk nå er svært vanskelig, med store kvoter, lave priser og en finanskrise i Europa – Norges viktigste marked. Jeg er litt forundret over Høyres uklare merknader, og det har vært Høyres stil i det siste. Høyre sier at det er uheldig at regjeringen, når den setter ned et utvalg som skal se på leveringsplikten, i løpet av et kort tidsrom kommer med ulike signaler til næringen. De sier ingenting om at det er uheldig og uverdig for kystsamfunnene at fisken som er konsesjonsbelagt og skal leveres til anlegg i f.eks. Mehamn, ikke kommer dit. Denne uklarheten har Frank Bakke-Jensen levert i hver eneste debatt om leveringsplikt, og hans parti, Høyre, fortsetter også i behandlingen av denne saken. Det er neppe uten grunn at Høyre ikke flagger sitt syn i denne saken. Frank Bakke-Jensen vet at det er en overveldende støtte i hele Finnmark til innstramming av leveringsforpliktelsene. Jeg imøteser innstrammingen og mener at konsesjonsvilkårene skal oppfylles. Vi i SV er

litt overraskande at ingen andre har nemnt dette hittil i debatten, derfor tenkte eg at vi kan ikkje ha ein sånn debatt utan at det til slutt vert teke opp. Når 70 pst. av verdas sjømatproduksjon føregår i utviklingsland – ein stor del skjer i småskala fiskeri - veit vi at dersom vi kan bidra med vår kompetanse, sånn at vi kan bidra med vår kompetanse, sånn at ein kan ta vare på desse ressursane på ein berekraftig måte, og ta vare på vidareforedlinga på ein god måte, er det kanskje noko av det beste utviklingsarbeidet vi kan gjere, i den forstand at vi kan overføre den kompetansen som det er overkommeleg å kunne bruke. I tillegg til kompetanse om berekraft og fiskeri vil det vere veldig viktig

Kanskje vel så viktig som å satse på samarbeid om oljeforvalting, er det å satse på samarbeid om fiskeriforvalting. Vi har også lange tradisjonar gjennom forskingsfartøy, og vi får no bekrefta i meldinga at vi skal få eit nytt i 2016. Dette er ei sak som fortener å bli sett tydeleg på kartet når vi har ein slik diskusjon,

nettopp på grunn av den mengden fisk som selen spiser. I den forbindelse er det litt rart at vi ikke har funnet rom for å ta den debatten her. De forskjellige predatorene påvirker hverandre, og det er klart at hvis hvalbestanden og selbestanden fortsetter å øke,

Derfor valgte jeg å bruke dette innlegget til å snakke om viktigheten av å sørge for at vi holder ved lag disse bestandene, som påvirker hverandre. Da må vi sørge for at mottaksapparatet for sel er på plass. Da må vi sørge for at hvalskutene våre har rammebetingelser til å kunne fangste det som de skal. Da må vi sørge for at regelverk knyttet til om du går inn eller ut av en sone for å fangste vågehvalen, er av mer eller mindre akademisk art knyttet til disse reguleringene, når vi vet at det er samme bestand. Disse tingene må vi ta med oss, og vi må forvente at det blir fanget bedre opp i

næringskomiteens leder, Terje Aasland, oppe og kritiserte Høyre for at vi ikke hadde lagt fram vår egen sjømatmelding nå, og sa at Stortinget må vite hva som er Høyres politikk. Vel, Stortinget vet hva som er Høyres politikk gjennom de forslagene vi har fremmet i løpet av denne fireårsperioden, og gjennom de merknadene vi har levert i innstillingen til stortingsmeldingen. Det er ikke sånn at næringskomiteens leder ikke har vært med i prosessen og ikke evner å lese merknader. Den sjømatmeldingen vi leverer, leverer vi for kommunisere ut hva som er vår næringspolitikk – som vi har sagt tidligere i dag – og den skal komme. Så et lite poeng i forbindelse med evigvarende kvote: Det er for så vidt en viktig debatt, men husk på at evigvarende kvote ikke gir evig liv! Det kan man av og til få inntrykk av i debatten. Det er ikke slik. Det er snakk om et regnskapsmessig spørsmål som går på hvor lenge du skal ha retten til å fangste, og hva slags avskrivningsregler som økonomisk skal brukes i regnskapet. Til debatten om evigvarende kvote, og at det da

det er behagelig å lime oss til at vi er uklare her. Nå er det slik at vi har fremmet forslag i Stortinget om en gjennomgang av leveringsforpliktelsene, med det mål å få en forskrift som oppfyller formålet med leveringsforpliktelsene. Der er alle enige. Dette råstoffet skal på land, og det skal skape aktivitet på land. Så blir vi beskyldt for å si flere ting. Erna Solberg har sagt at der det foreligger

ut kritikken mot at de enda ikke er kommet med en motmelding til vår sjømatmelding på. Jeg synes det er merkelig av den grunn at representanten Bakke-Jensen var tidlig ute – ja, samme dag – og kritiserte vår sjømatmelding momentant, og varslet at de ville komme med en motmelding. Da er det ikke så rart at den etterspørres både politisk og også Så hva har vi hørt her i dag? Jo, Høyre vil plutselig – eller er usikre på om de vil – strukturere flåten under 11 meter. Høyre er diffus på hva som er deres helhetlige og framtidige fiskeripolitikk, og vi får leve i uvisse til vi får den såkalte motmeldingen. Så har jeg lyst til å si at vi har en valgkamp, og jeg vil nok en gang presisere – som jeg jeg vil nok en gang presisere – som jeg har sagt flere ganger i debatter her i Stortinget – at det er ikke politikken til Høyre som har forandret seg, det er retorikken. Politikken vil etter hvert vise seg å være akkurat den samme. Ingalill Olsen hadde i sitt innlegg rett i akkurat det. det. Når man da på toppen av det hele får høre at landbruksnæringen tok godt imot Høyres motmelding, reagerer mange med meg. Det næringen sa den gangen, var: Vi blir ikke mette av skattelette. Det sa bøndene. Vi har også hørt i dagens debatt at det ikke vil komme omkamper om vedtatt politikk, politikk, som vi debatterer i dag, i Høyres motmelding. Det er bra. Når det gjelder Fremskrittspartiet, har jeg bare en oppsummering å komme med, og det er at liberaliseringen går for sakte. Det sto nedfelt i det forrige programmet til Fremskrittspartiet. Det er mulig det ikke gjør det nå – det kan vi stort sett oppsummere denne debatten med. Jeg har lyst til å si at jeg ser fram til at vi fortsatt skal beholde regjeringsmakten, slik at vi kan

den samme meldingen – det samme innlegget – for snart femte gang, regner jeg med at vi nå er i gang igjen. Jeg har god tid. Det er ikke så mye jeg skal gjøre i kveld, og jeg har som saksordfører i den andre saken ubegrenset antall med 3-minutters innlegg, så det skal gå bra. Her skal vi være en stund. Jeg vil prøve å oppsummere – ikke nødvendigvis kvittere ut – et par av de tingene som er kommet opp i debatten. Statsråden viste til handlingsregelen og advarte mot Fremskrittspartiet som et økonomisk eksperiment. Det har jeg hørt statsråden si flere ganger. Det er en sånn innøvd runde eller setning som statsråden har tatt det siste året. La meg bare si et par små ting til det. Vi har kritisert handlingsregelen, for handlingsregelen skiller ikke mellom investering og drift. Men hvis statsråden går inn i de budsjettene som Fremskrittspartiet har

Så til en sak til som jeg er veldig glad for at jeg kvitterte ut, og det er nettopp det med at vi endret 25 pst.-grensen, hvis den da f.eks. går opp til 40 pst. Men det er ikke slik at det bare er konsesjoner man snakker om, dette er oppkjøp av selskaper. Man går inn og kjøper selskaper – det er jo det som skjer her. Jeg er helt enig med statsråden i at det er fantastisk flott. Jo mer man Jo mer man bearbeider, jo flere arbeidsplasser klarer vi å skaffe. Det er veldig positivt for Norge. Men jeg sier at vi må også ta inn over oss hva som vil skje hvis man endrer på vilkårene, eller at man ikke er i stand til å følge opp vilkårene. Så er det snakk om en sak til som jeg er veldig forundret over at særlig SV ikke er med på

men det er i hvert fall et eksempel på å snakke ned en næring og en melding – før den kommer. Jeg synes det er bra at den samme Bakke-Jensen er mer positiv i salen, men han har hatt en replikkveksling med Irene Lange Nordahl som har vært forunderlig. Han stilte henne spørsmål om kystflåten kunne få en del av leveringsforpliktelsene for trålerne, og samtidig sa han at kystflåten er såpass liten at den kan levere til alle de kaiene som påberoper seg leveringsplikt. Dette utsagnet sier vel alt om Høyre og Bakke-Jensens holdning til saken knyttet til leveringsplikt. Det kan hende at Bakke-Jensen – i Høyres motmelding til sjømatmeldingen – kan opplyse forsamlingen om hvilke kaier som påberoper seg leveringsplikt. Det som påberoper seg leveringsplikt. Det ville være interessant å få vite. Dette er en alvorlig sak for et fylke, og jeg synes utsagnet og spørsmålet fra Bakke-Jensen til Irene Lange Nordahl var meget

fremdeles. Det kan være ulik oppfatning av det, men jeg er enig i at sjøpattedyr er et vesentlig tema for Norge. Så til diskusjonen om leveringsforpliktelser og sjømatindustri. Jeg skal ikke gå inn på leveringsforpliktelsene. Det er godt nok uttrykt fra denne talerstolen. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at i sjømatmeldingen er det varslet at en ønsker å sette ned et offentlig utvalg for å gjennomgå – i full bredde – sjømatindustriens rammebetingelser. Det tror jeg i erkjennelsen av de utfordringene sjømatindustrien står overfor, er et helt nødvendig og riktig grep fra regjeringens side. Så var det greit å få avklart Høyres, skal vi si, beskrivelse av det som skal være en motmelding. Det vi nå har fått referert, er at det er en oppsummering av Høyres merknader og forslag de siste fire årene. Sånn sett er det kanskje mer en historiebeskrivelse de legger fram, eller, som vi kaller det i Arbeiderpartiet, en årsberetning,

men det har ikke kommet med, og det må vi ta på vår kappe. Men vi støtter altså regjeringen i synet på at influensområdet skal være et større område enn den umiddelbare nærheten rundt en oppdrettslokalitet, og vi støtter også prinsippet om at det skal kunne avkreves et gebyr som blir brukt til miljøundersøkelser. Så skal det være rettet opp, iallfall i referatet

Det vi snakkar om her, er der vi ikkje har noka moglegheit for å gå på den enkelte. Då har vi eit solidarisk ansvar. Men det er jo ikkje til hinder for å sanksjonere der vi kan påvise kvar laksen kjem frå. Frank Bakke-Jensen har hatt ordet to gonger og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt. Når det

i den situasjonen at der er det ikke mulig å komme inn med en tråler. Det er litt av det kompliserte bildet vi beskrev da vi ba om en gjennomgang av leveringsforpliktelsene. Så tilbake til komiteens leder, Aasland – om årsberetningen osv. Vi har altså varslet at hvis komiteens leder vil finne ut hva som er Høyres politikk, bør han følge med i komitébehandlingen og lese merknadene

spore tilbake og sende regningen til dem som står for disse rømningene, nettopp for å ha det forebyggende perspektivet. Det er det som er selve problemet i saken i den sammenheng. Men det er dessverre slik at jeg er nødt til å etterlyse et svar fra statsråden. Hun rakk ikke å svare i replikkordskiftet – det skjønner jeg godt, for man har 1 minutt på seg. Spørsmålet er knyttet til matfiskkonsesjoner og settefisk på 1 kg. Det er

skal dette forstås? Skal det volumet, den MTB-en som framgår av settefisken her, altså det du har f.eks. på land, være en del av matfiskkonsesjonen, eller kan du bruke den på en annen måte så lenge du ikke setter den ut i sjøen? Det kan være greit å få klarlagt, for hvis ikke kan det også være et nytt og fantastisk marked knyttet til kilosfisk som kommer fra denne industrien, uten at det går utover selve matfiskkonsesjonen som du har knyttet til merder. Hvis det er

en prøveordning, kall det det, for å se om det er mulig å kunne ha settefisken på land, opp til 1 kg. Så langt, med forbehold om at jeg ikke har totaloversikt, har det vel ikke vært, for å si det på folkelig språk, et renn av henvendelser for å få etablere den produksjonen. For å si det sånn, med min kunnskap om oppdrettsnæringen tror jeg heller ikke at at dette blir en landbasert matfiskproduksjon, i den forstand at det ikke vil være økonomisk bærekraftig. Da vi ga mulighet til å ha settefisken på land lenger, var det rett og slett ut fra det synspunkt og den tanken at det ville redusere ikke minst luseplagen, at en kan ha fisken, altså da settefisken, på land etter at den verste lusesesongen er over. Logisk sett skulle en tro at i hvert fall det var mulig. Men så får vi nå se hvor stor interessen er. Det er uansett sånn å forstå at det er settefisk på land og ikke matfiskproduksjon vi snakker om i forbindelse med det spørsmålet, når en skal drive på land.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

Det er sånn at målet med loven går litt parallelt med den store visjonen: en godt betalende forbruker som velger norske sjømatprodukter fordi de har best kvalitet, er enkle å tilberede og inngir tillit til at de er fangstet av bærekraftige bestander. Når vi dit, er vi kommet dit vi vil. På vegne av Fremskrittspartiet fremmer jeg deres forslag. Og så vil jeg bare kort legge til at saken fremmes av en

Først vil jeg benytte anledningen fra denne talerstolen til å gratulere Norges Råfisklag med 75 år. Jeg ser vi har representanter fra Råfisklaget oppe på galleriet. Ja, det er mange meninger om råfisklovens og Råfisklagets betydning for fiskerinæringen. Men det har vel aldri vært noen tvil om at disse to til sammen har vært veldig viktige samfunnsbyggere langs kysten i alle disse årene. Formålet med råfiskloven er i utgangspunktet å sikre stabile og gode rammebetingelser, og at loven skal gi klare og forutsigbare vilkår for alle som handler med fisk på førstehånd. Men råfiskloven har vært, og er, under vedvarende kritikk. Arbeiderpartiet er tydelig. Vi vil at hovedtrekkene i loven skal videreføres. Vi vil fortsatt hegne om våre to viktigste lover i fiskerilovgivningen, fiskesalgslagsloven og deltakerloven – ingen tvil om det. Når nå regjeringen legger fram forslag til ny fiskesalgslagslov, er det etter en grundig og omfattende prosess. Vi ser det som viktig at loven blir harmonisert med de to andre sentrale lovene som regulerer fiskerinæringen, nemlig havressursloven og deltakerloven. Regjeringens forslag er at minstepris skal bestemmes etter forhandlinger mellom fiskersiden og industrisiden, og at salgslagene skal fastsette den prisen det er enighet om. Ved uenighet skal spørsmålet om minstepris legges fram for mekling. Men dersom mekling ikke fører fram, skal salgslagene fastsette minstepris. Den nye loven gir også departementet anledning til å pålegge fiskesalgslagene oppgaver med å kontrollere kvaliteten på råstoff. Det er bra, og det er helt i tråd med det fokuset som er i sjømatmeldingen, på kvalitet. Arbeiderpartiet støtter det fullt ut. Som en har hørt tidligere i dag, legger jeg heller ikke skjul på at jeg er overrasket, men likevel fornøyd med at Høyre følger regjeringen i denne saken. Man kan gjerne si at dette har tatt tid, men det har bidratt til at vi har fått en gjennomarbeidet lov som bør stå seg over tid, og at Høyre sammen med regjeringspartiene vil være garantist for at hovedtrekkene blir liggende fast. Det samme kan jeg ikke si om Fremskrittspartiet. Under debatten som det også er referert til tidligere, trodde jeg et øyeblikk at Fremskrittspartiet hadde snudd. Men hvor lenge var Adam i paradis? Ikke lenge.

Salslaga har også spela ei viktig rolle i forvaltninga av fiskeressursane våre. Ordninga med fastsetjing av minstepris har vore eit sentralt element i råfisklova og arbeidet til salslaga. Dagens råfisklov er frå 1951. Sidan den tid har det komme nye lover som regulerer fiskerinæringa. Det gjeld først og fremst havressurslova og deltakarlova. Derfor er det behov for å oppdatere og modernisere råfisklova. Men hovudtrekka ligg fast. Regjeringa foreslår ei meklingsordning for fastsetjing av minstepris, men salslaga skal ha siste ordet om det ikkje blir semje. SV støttar dette og meiner at det er viktig å sikre at salslaga får det siste ordet. Dette er ei ordning som har vore viktig for utviklinga av norsk fiskerinæring, og som bør vidareførast. Det blir også foreslått at salslaga skal få ei større rolle i kontroll av råstoffkvalitet og råstoffhandtering. Dette er viktige tiltak. Sjømatmeldinga legg opp til at Noreg skal bli verdas fremste sjømatnasjon. Skal vi nå dette målet, er det viktig å fokusere på kvalitet i alle ledd. Kvalitetsfokus er også viktig for å sikre lønsemda i fiskeria og i Ansvaret til salslaga når det gjeld kvalitet, kjem i tillegg til Mattilsynet sitt ansvar for kvalitet og mattryggleik. Det er viktig å finne fram til ei god arbeidsdeling og gode samhandlingsformer mellom Mattilsynet og salslaga. Proposisjonen legg opp til eit sterkt kvalitetsfokus. Samtidig ligg hovudtrekka i lova fast, og det inkluderer

Vi ønsker en gjennomgang av en del av enkeltmomentene i loven, men vi stemmer for den slik den ligger i dag, så det bør ikke være noen debatt knyttet til det. For Senterpartiet står samvirketanken sterkt. Råfiskloven og fiskesalgslagene er

til det. For Senterpartiet står samvirketanken sterkt. Råfiskloven og fiskesalgslagene er en viktig del av samvirket og den norske modellen. Senterpartiet er derfor tilfreds med at den nye loven viderefører hovedtrekkene i råfiskloven, og vi synes det er positivt at det kommer en ny og moderne lov som er harmonisert med de to andre sentrale lovene som regulerer fiskerinæringen, havressursloven og Når Senterpartiet slår ring om prinsippet i fiskesalgslagsloven som innebærer at det er salgslagene, dvs. fiskerne, som skal ha siste ordet når minstepris skal fastsettes, er det fordi det er et særdeles viktig prinsipp. Dette er et viktig prinsipp som Senterpartiet ikke vil rokke ved. Senterpartiet er garantist for at dette prinsippet skal stå fast. Senterpartiet vil ikke tilbake til den tiden da fiskerne måtte stå med hua i hånden og forhandle pris med kjøper. Vi er opptatt av at primærprodusenten, dvs. fiskeren, skal sikres i møte med industrien. Derfor er vi tilfreds med at vi nå har fått en løsning som er i tråd med det fiskerne og Råfisklaget ba om i sine høringsinnspill til saken. Vi ønsker en permanent meklingsordning ved uenighet om minstepris, der salgslagene har det siste ordet. Det får vi nå på plass. For kort tid siden feiret Råfisklaget 75-årsjubileet sitt i Tromsø. Der ble det framsatt flere påstander. annet påsto Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg i debatten at Fremskrittspartiet ikke ville endre råfiskloven, slik jeg har nevnt tidligere i kveld. Det er – jeg gjentar – med respekt å melde å føre folk og fiskere bak lyset. Når vi i denne innstillingen ser at Fremskrittspartiet fremmer forslag om en revidering av ordningen med forhandling og fastsetting av minstepris, er det i realiteten omkamp om hele loven. De skal bare vente til etter valget. I en rekke av Fremskrittspartiets merknader er partiet mer opptatt av å ivareta industriens vilkår enn de er opptatt av fiskerne. De skriver i merknadene at de er bekymret for balansen mellom fiskerne og fiskekjøpernes interesser, og at fiskerne får for stor innflytelse. De skriver også at de ønsker en endring i § 12 i loven, slik at det enten etableres en oppmannsordning eller en voldgiftsnemnd. Det er store prinsipper som nå står på spill, og dette er Fremskrittspartiets sanne ansikt når det gjelder den nye fiskesalgslagsloven. Dette innebærer en omkamp om selve grunnlaget som vi feirer 75-årsjubileet til Råfisklaget på: selve grunnloven til fiskerne.

både landbruk og fiske er samvirkemodellen svært viktig for å sikre bønder og fiskere en stabil og forutsigbar pris på varene sine. Samvirkene har også blitt tildelt andre viktige oppgaver, bl.a. å sikre næringsmiddelindustrien jevn og sikker tilgang på råstoff. Det har i alle år vært Kristelig Folkepartis politikk å støtte samvirkemodellen for omsetning av råvarer fra landbruk og fiskeri. Kristelig Folkeparti støtter derfor regjeringens forslag når det gjelder framgangsmåte for prisfastsettelse i den nye fiskesalgslagsloven,

I likhet med Høyre stiller vi oss likevel uforstående til at den rød-grønne regjeringen har brukt åtte år på å komme fram til en meklingsordning, tilsvarende den som fiskeriminister Svein Ludvigsen i Bondevik II-regjeringen innførte. I Kristelig Folkeparti merker vi oss også at fiskesalgslagene blir tilført nye kontrolloppgaver med den nye loven. I tillegg til oppgavene med å føre kontroll med kvoter og inndra fangst utover kvote skal fiskesalgslagene nå føre kontroll med kvaliteten på fangst som blir Vi registrerer at dette fortsatt er uavklarte spørsmål når det gjelder oppgavefordeling mellom fiskesalgslagene og Mattilsynet. Vi imøteser derfor den varslede gjennomgangen av rutinene for samarbeid og ansvarsdeling mellom Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene. Vi viser for øvrig til Kristelig Folkepartis merknader da Meld. St. nr. 16 for 2011–2012 ble behandlet den 4. juni i fjor. Vi påpekte da de store variasjonene Det varierer til dels svært mye når det gjelder bruk av både personell og ressurser. Det er svært viktig med en felles praksis og forståelse av hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Vi mener derfor at det er viktig at § 7 i den nye fiskesalgslagsloven åpner for å etablere felles organ for to eller flere fiskesalgslag for å utføre kontrolloppgaver. Det vil gi en mer enhetlig praksis i kontrollarbeidet, og vi håper at fiskesalgslagene benytter seg av denne muligheten.

Den nye formålsparagrafen utvider lovens formål ved at det framheves at loven skal medvirke til en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning. Loven har en større dimensjon enn bare å sørge for gode og stabile priser for fiskerne. Den skal bl.a. sikre en rimelig fordeling av inntektene fra markedet mellom fisker og industri.

men først etter at det er gjennomført mekling. Jeg opplever at mye av debatten har dreid seg nettopp om fastsettelsen av minstepris. Jeg understreker at loven inneholder mer enn det. Jeg erkjenner at det er viktig, men jeg tror vel at normalen er – og dette har gjeldt i de fleste tilfellene i mange år – at partene har blitt enige i forhandlinger. Jeg må få trekke fram noe representanten Nesvik sa i et innlegg i sakene vi behandlet før denne, og det var at fiskesalgslagene ikke fungerer optimalt for å få ut best mulig pris for best mulig råstoff. Da må nesten spørsmålet bli om representanten Nesvik er misfornøyd med minsteprisen, for vi snakker virkelig om fastsettelse av minstepris og ikke hva som er mulig å få ut i et marked. Til sist vil jeg nevne at den nye loven gir hjemmel til å pålegge salgslagene å utøve kontroll med kvaliteten på råstoff. Målet med det er å bidra til å øke kvaliteten på fangsten som leveres. Lovforslaget vil etter min mening innebære en viktig oppdatering av regelverket for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

prisfastsettelsen, og at fiskerne får siste ordet etter mekling. Hvorfor denne selvmotsigelsen? Den nye fiskesalgslagsloven er mangesidig. Den gir fiskerne i lov rett til fangst og førstehåndsomsetning av fisk, inkludert valg av salgsform, og minsteprisinstituttet. Men i tillegg til dette pålegger den fiskerne, via sine salgslag, en rekke forpliktelser. Loven forplikter fiskerne til å skaffe seg tilstrekkelig markedskompetanse og benytte seg av den. Råfisklaget skal forvalte fiskernes markedskompetanse. Den forplikter i prisfastsettelsen å ta hensyn til de neste leddene i verdikjeden, slik at man kan oppnå lønnsomhet i alle leddene. Man har altså ansvar også for at arbeidsplassene på land får levelige rammevilkår. Den forplikter fiskerne til å levere fangst av en slik kvalitet at industrileddet skal kunne velge mellom flere produksjonsformer. Den forplikter fiskerne når det gjelder ressurskontroll. Bærekraftsertifisering vil i framtiden bli styrende i mange, mange flere markeder. Hvis det kan sås tvil om hvorvidt vi rapporterer riktig volum i ressursforvaltningen, kan vi stå overfor større tap av omdømme og verdier enn vi liker å snakke om. Sjømatnæringens omdømme må altså være et felles ansvar – like tydelig på båtdekket som i produksjonshallen. Den nye loven stiller kort sagt større krav til at fiskerne skal se sin rolle i et mer helhetlig bilde. I Høyre tror vi at den nye loven, med meklingsinstansen, vil virke disiplinerende når det gjelder utspill mot egne og andre aktører i næringen. Det vil både fiskerne og industrien tjene på. Høyres mål med den nye fiskesalgslagsloven og stortingsmeldingen om sjømat er at man nå starter på veien mot lønnsomhet i alle ledd. Vi tror det er mulig å oppnå ved at næringen får et mer markedsrettet fangstmønster, en kvalitetstenkning som går langt utover de enkelte leddenes behov, og en produksjonsforståelse og produktutvikling som gir både mer salg og bedre pris i markedet. En godt betalende forbruker som velger norske sjømatprodukter fordi de har best kvalitet, fordi de er enkle å tilberede, og fordi de inngir tillit om at de er fangstet og er bærekraftige bestander, er et godt bilde vi skal ha med oss i debatten videre. Avslutningsvis vil jeg legge til at den siste vinterens tumulter og debatter rundt minsteprisen viser at Råfisklaget var seg oppgaven voksen. I stormen sto de imot både egne medlemmer og industrien, og de gjorde etter min mening en dugelig jobb. Så det er også litt av Høyres begrunnelse for å være konservative og å endre sakte. Vi mener dette er en god lov. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 22. Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 23, 24 og 25 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen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

Årsmeldingen fra EOS-utvalget gir et godt innblikk i virksomheten til EOS-utvalget i 2012. Komiteen er gjennomgående godt fornøyd med EOS-utvalgets arbeid og understreker den avgjørende rolle utvalget spiller for å sikre god demokratisk kontroll med de hemmelige tjenestene. Samtidig vil kontrollvirksomheten også bidra til å sikre de hemmelige tjenestenes legitimitet. Et liberalt samfunn må ha funksjonelle hemmelige tjenester som arbeider til beste for rikets sikkerhet, kombinert med gode kontrollrutiner. I 2012 har EOS-utvalget gjennomført 30 inspeksjoner, hvorav en uvarslet kontroll. Komiteen registrerer at EOS-utvalget har oppfylt kravene i kontrollinstruksen, men understreker at det må anses som et minstekrav til kontrollvirksomheten, hvilket betyr at utvalget står helt fritt til å gjennomføre flere kontroller. I tillegg må EOS-utvalget selv vurdere fremtidig bruk av uvarslede kontroller. Komiteen mener det som virkemiddel kan være effektivt i en del sammenhenger. Det er behandlet 21 klager i 2012, og flere av disse klagene avvises fordi det ikke er grunnlag for å reise klagesak. Komiteen har i innstillingen pekt på nødvendigheten av å ha notoritet også for de klagesakene som avvises. De siste årene har samhandlingen mellom PST og E-tjenesten utviklet seg. Det er bra, men det samarbeidet kan også bidra til å skape en del nye kontrollutfordringer fordi hjemmelsgrunnlaget for de ulike tjenestene er ulikt. Komiteen mener en slik utvikling kan øke behovet for kontroller ytterligere, og ber EOS-utvalget være særlig oppmerksomme på behov for eventuelle regelendringer som følge av dette nærmere samarbeidet. Det er satt av lite tid i denne saken, så jeg må rett og slett hoppe over mye og lande hos Etterretningsbataljonen. Etter klage var EOS-utvalget på uvarslet kontroll der, og det ble funnet ulovlige registreringer og opplysninger om to konkrete journalister – klagerne. Det er overraskende at Etterretningsbataljonen bryter loven på denne måten. Det er sterkt bekymringsfullt dersom den ulovlige registreringen skyldtes deres journalistiske virksomhet. Vi har, og skal ha, en kritisk presse, og det er fullstendig uakseptabelt at myndighetene driver ulovlig registrering av arbeid og

Det var flere registreringer på personer med utgangspunkt i deres tilknytning til det religiøse miljøet, uten at det lå andre tilleggsmomenter til grunn for registreringen. Det er i strid med PST-instruksen, § 15. Komiteen mener det er viktig at PST nøye forholder seg til de juridiske rammene som er lagt for virksomheten, og muligheten til å registrere personer samt nødvendige rutiner for å følge opp registreringer og slette registerføringer som det ikke lenger er grunnlag for. Underveis i EOS-utvalgets arbeid tok PST selv initiativ til en ny gjennomgang av disse registreringene, hvilket resulterte i et stort antall slettinger fra PSTs register. Det er nødvendig for tilliten til PST at disse rutinene forbedres, og at det sørges for at disse registreringene er innenfor Jeg vil også legge til at det er en iboende utfordring for de hemmelige tjenestene at de på den ene siden får kritikk for ikke å oppdage eller registrere personer som senere kan knyttes til terrorhandlinger eller forberedelseshandlinger, mens de på den annen side får kritikk for å registrere for mange. Det er en utfordrende balanseøvelse som tjenesten fall si raske – ord om representantforslaget, Dokument 8:130 L for 2012–2013, hvor alle partier – og det er svært gledelig – er enige om at EOS-utvalgets innsynsrett overfor teleselskaper som utfører tjenester for de hemmelige tjenestene, skal gjelde universelt. I dag er det slik at tilgangen for EOS-utvalgets kontroll er begrenset til de selskapene som staten I praksis har det vært Telenor, mens de ikke har hatt muligheten til å kontrollere de øvrige teleselskapene. Med denne lovendringen blir innsynsretten til EOS-utvalget gjort universell, uavhengig av hvem som eier teleleverandøren. Det er viktig, og det er bra. Med det er saksordførerjobben fullført, om enn med altfor kort taletid – og der

og vi hører veldig tydelig at de slutter seg til en slik forståelse. Det tror jeg Stortinget skal være glad for i alle sammenhenger. Så vil jeg si at slik som vi leser EOS-utvalgets innstilling, ser vi veldig tydelig at de hemmelige tjenestene i all, all hovedsak gjør en veldig god jobb. Det er viktig å få sagt det, slik at det ikke går oss forbi.

mye. Det er helt nødvendig at PST tar de nødvendige gjennomganger av sin egen kultur og av sine administrative rutiner for å få vekk den type praksis. Det har vært mye oppmerksom rundt E-bataljonen, som den kalles. Det som er den store betenkeligheten med det som skjedde der, nemlig ulovlig registrering av norske journalister, stiller jo det avgjørende spørsmålet fra oss i denne salen: Hvorfor i all verden gjør de det, når de åpenbart vet at det er ulovlig? Det spørsmålet er ikke ordentlig besvart. Det er sagt at det ikke skal gjenta seg, så man har gjennomgått alle rutinene, men vi har ikke fått svar på akkurat det spørsmålet. spørsmålet. Det er det nødvendig å framheve i denne diskusjonen. Jeg skal ikke stresse det mer, som det heter, men jeg vil gjerne ha sagt at det spørsmålet henger faktisk enda litt i luften. Jeg vil si at det er veldig nødvendig for dem som hører på dette, og som leser referatene fra disse diskusjonene med seriøsitet, at de merker seg at Stortinget er klar over at besvart. Jeg regner med at EOS-utvalget som sådant følger dette opp. Som representanten Anundsen sa, handler dette altså om kontroll av noe av kjernevirksomheten i demokratiet, nemlig journalistenes rett til å beskytte sine kilder, til å utføre sine oppdrag. Der står Stortinget og norsk presse i samme skole, for å si det slik på hver sin side, men i samme skole – og det er veldig nødvendig at det understrekes fra denne talerstol at dette ikke er akseptabelt. Jeg er glad for at EOS-utvalget så dette, og jeg er glad for at forsvarsledelsen og forsvarsministeren også så veldig tydelig har tatt avstand fra det. Så har jeg bare lyst til å si at det er mange elementer i PSTs arbeid som jo er tatt opp i i PSTs arbeid som jo er tatt opp i innstillingen. Jeg vil bare slutte meg til det som er sagt i innstillingen, for det er viktig å få sagt at PST må være proaktive. Det er veldig viktig at PST klarer å følge med i utviklingen, at de er proaktive, og at den politiske ledelsen i de respektive departementer sørger for – og nå ser jeg at begge statsrådene er til stede – at det er godt samarbeid mellom E-tjenesten og PST. Det er faktisk en forutsetning for framtiden når det gjelder gode tjenester. Til sist vil jeg si at Arbeiderpartiet slutter seg til den merknaden i innstillingen som går ut på at man sender et brev til presidentskapet, hvor man ber om at presidentskapet går gjennom de bestemmelsene i reglene for slik at vi kan få et helt oppdatert lovverk. Mitt innlegg gjelder kun Innst. 376 S, i en av de tre sakene vi behandler, og jeg har to merknader. Den første er den mest sjokkerende, og det er merknaden om Etterretningsbataljonen – E-bataljonen, som det visstnok Jeg må si at jeg er som norsk borger skuffet og litt sjokkert over at Forsvaret handler i strid med norsk lov. Særlig gjelder det på et område som ofte særmerker autoritære regimer, nemlig å kartlegge og forfølge journalister. Journalisters jobb er å være kritiske til makten, dvs. den politiske makt, være kritiske til myndigheter og gjerne drive gravende journalistikk. Det kan være ubehagelig, og i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, bruker de militære metoder for å komme dette til livs. Dette minner om noe av det samme, og jeg liker det ikke. Jeg velger jo å tro at Forsvaret er kjent med norsk lov, men allikevel handlet i strid med den. Jeg er enig med representanten Kolberg i at svar på denne saken fortsatt henger i luften. Det nytter ikke i all evighet å henvise til at saken er under etterforskning, og at det vil komme resultater ut av det. Men jeg vil bare henstille til EOS-utvalget å forfølge denne saken videre, eller ha den under overvåking. Selv om Stortinget nå politisk tar en slags ferie i noen måneder, tror jeg nok at også forsvarsministeren må regne med å bli spurt om hva utfallet av saken var, utover det brevet som er sendt komiteen, hvor det vises til etterforskningen. Min andre kommentar gjelder det komiteen faktisk ber Stortingets presidentskap om å se på. Det gjelder en del forhold som jeg er usikker på om fungerer godt nok. Her går ikke vår henvendelse til statsråden, fordi EOS-utvalget jo er Stortingets kontrollorgan, og derfor er det Stortinget som må klargjøre dette. Derfor er henvendelsen rettet til presidentskapet. Jeg legger særlig vekt på de to første forholdene man vil be om i brevet, som er referert til i innstillingen på side nemlig om ikke utvalget i dag faktisk «bør ha ubegrenset adgang til å kreve innsyn i alle dokumenter utvalget måtte mene er relevante». Man vil be om at «prinsippet om at etatene selv kan bestemme overfor utvalget hvorvidt dokumenter kan av- eller nedgraderes, kan innebære en potensiell begrensning i EOS-utvalgets rapporteringsmuligheter». Jeg regner med at det nye presidentskapet vil ta dette opp i en dialog med utvalget for å se på om dette er reelle problemer, og sørge for at eventuell lovgivning blir endret hvis det er nødvendig. Det er faktisk ikke en samlet komité som ber om dette. For én gangs skyld må jeg si at jeg ikke skjønner hva Fremskrittspartiet

For SV sin del kjenner me jo til gjennom historia at dette har skjedd før. Men at det no held fram inn i 2010, 2011, 2012 – at det framleis går føre seg slike ting, ikkje minst mot journalistar – meiner eg er svært alvorleg, og eg forventar veldig sterkt at det blir følgt opp på ein grundig og skikkeleg måte. Det må me få slutt på, det må bli historie at offentlege tenestemenn bryt norsk lov. Som fleire har vore inne på, har me bl.a. etter initiativ frå SV og dei raud-grøne sendt eit skriv til presidentskapet der me ønskjer å gje EOS-utvalet endå betre arbeidsvilkår enn det me meiner dei har i dag, sånn at dei skal kunna krevja innsyn i det dei meiner er nyttig for arbeidet sitt, same kva dei ulike departementa måtte meina. Så det er eit av dei elementa som blir tatt opp. Det er òg mange fleire element som me ønskjer presidentskapet skal vurdera, bl.a. med omsyn til bruk av eksterne, tidlegare bistandspersonar – eller personar som har vore EOS-tenestemenn, som kan brukast som bistandspersonar eller korleis dei hemmelege tenestenes forhold til sivile informantar er, og kva slags rutinar det skal vera for det. Me kjem heilt sikkert tilbake til ei sak som gjeld dette, men me ønskjer å få ei sak frå presidentskapet som går gjennom fleire element knytte til EOS-utvalets arbeid, sånn at dei skal få betre arbeidsvilkår og få betre innsyn enn det dei har i dag. Det kan jo verka som om det er heilt nødvendig, når me får saker som E-bataljonen og overvaking, som PST hadde av 120 personar i nokre religiøse miljø. Det er

arbeider. Når me no har fått ei ny leiing i PST, har eg håp om at det blir gripe fatt i dei problemstillingane som bl.a. Traavik og Gjørv tar opp. Ikkje minst sa Gjørv-rapporten heilt tydeleg at med ei anna fokusering kunne kanskje 22. juli ha vore forhindra. Det er eit kjempestort spørsmål, som seier noko om at ein må innretta tenestene etter dei dei grupperingane og personane som kan tenkjast å gå til angrep på Noreg med terrorhandlingar, slik som det skjedde den 22. juli. Her håpar eg at PST si nye leiing grip fatt i kritikken som kjem, og sørgjer for å rydda opp i dette. Lat meg til slutt spekulera litt om noko som ikkje står i noko som ikkje står i innstillinga, men som dei raud-grøne for så vidt har diskutert, med utgangspunkt i SV: Er det presidentskapet som skal ha kontakt med EOS-utvalet, eller er det kontrollkomiteen som skal ha kontakt med EOS-utvalet? I presidentskapet er ikkje alle partia representerte. I kontrollkomiteen er alle partia representerte. Då er det kanskje naturleg å rapportera direkte til kontrollkomiteen, eller – viss det var problem med innsyn eller trøbbel nokon plass – at konsulterte kontrollkomiteen og ikkje presidentskapet. Det er ein debatt ein kan koma tilbake til når ein får svar frå presidentskapet, men det er ei problemstilling som ikkje er reist når det gjeld det brevet som er sendt av underskrivne på vegner av alle parti, med unntak av Framstegspartiet. Til liks med representanten Foss undrar det meg òg at ein ikkje har den prosedyren som dette brevet legg opp til, nemleg at me sender eit brev

USA. Jeg vil også knytte noen merknader til årsmeldinga fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Etterretning er en nødvendig del av nasjonalstatens arbeid med å sikre befolkninga trygghet. Men etterretning er også som en løk. Det er skall på og nye skall skapes innenfra til enhver tid. Det er altså mer enn krevende å ha demokratisk kontroll over en organisasjon som har, og må ha, en slik vekst. Det å sikre tillit gjennom demokratisk kontroll og ha demokratisk styring over dette, sånn at Etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten ikke går inn på tiltak som er knyttet til alminnelige personlige forhold eller sterke politiske meninger i et demokratisk ordskifte, er svært krevende. Det som er kommet fram gjennom uanmeldte besøk hos Etterretningsbataljonen, er at det er lagret opplysninger om enkelte journalister. Det er publiserte nyhetsartikler, det er åpen informasjon. Det er ikke av de sterkeste forsømmelser eller de alvorligste brudd en kan gjøre, men ut fra dagens lovverk er det i strid med personopplysningsloven lovverk er det i strid med personopplysningsloven og med den norm vi har satt for hva som skal skje. Jeg har undret meg over hvorfor ikke etterretningsbataljonenes – ulike etterretningsbataljoner i Forsvaret – arbeid kommer inn under lov om etterretningstjeneste. Jeg hadde kanskje hatt lyst til å høre statsrådens forklaring på hvorfor det ikke er sånn, og om hun ikke bør drøfte det, slik at en har et tydeligere lovgrunnlag. Jeg vil også, som flere har vært inne på, understreke det som står i innstillinga, og som er sendt i brev til Stortingets presidentskap, om at en skal se på om ikke EOS-utvalget skal ha ubegrenset adgang til å kreve innsyn i alle dokumenter, noe som vil være med på å sikre den tilliten som er helt nødvendig for at vi skal ha trygghet for at alt foregår slik det skal – og tilsvarende at en også skal se på bruk av personer som tidligere har virket i EOS-tjenesten som bistandspersoner. Jeg vil helt til slutt si at det her er spørsmål om demokratisk tillit til en virksomhet som jeg vil karakterisere som et nødvendig onde, men som er helt nødvendig i enhver rettsstat, i enhver nasjonalstat. Men da må vi sikre at denne løken har en kontroll over seg, slik at den ikke får utvikle seg med ukulturer, i strid med det som er demokratisk vilje. Det er

Utvalget gjennomfører mest forhåndsvarslede inspeksjoner. Vi ser at dette kan være formålstjenlig for å få best mulig informasjon så raskt som mulig når den kommer. Samtidig kan det i noen tilfeller være nødvendig med uvarslede inspeksjoner. Hvordan inspeksjonene skal foregå, må utvalget vurdere i det enkelte tilfellet. Kun én av utvalgets kontroller er gjennomført som en uvarslet kontroll. sagt, rettet mot Etterretningsbataljonen på Setermoen under en klagebehandling – en klage fra to journalister. Her ble det, som sagt, avdekket at Etterretningsbataljonen hadde lagret opplysninger om journalister – navn, bilde, utdanning og arbeidshistorikk hentet fra publiserte nyhetsartikler – noe utvalget konkluderte med at Etterretningsbataljonen ikke hadde rettslig grunnlag for. Dette viser betydningen av utvalgets undersøkelser, og en samlet komité legger til grunn at EOS-utvalget kontrollerer relevante enheter i Forsvaret jevnlig, på lik linje og med samme rettigheter og fullmakter som de har overfor E-tjenesten for øvrig. Så noen ord om EOS-utvalgets særskilte melding til Stortinget angående PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer. Det er viktig å presisere at PST har som en av sine viktigste oppgaver å forebygge hendelser som kan undergrave nasjonens sikkerhet og skade vitale samfunnsinteresser. I den forbindelse har PST hjemmel for å overvåke personer der tjenesten finner grunn til å undersøke om noen forbereder en straffbar handling, et straffbart forhold, som PST har som oppgave å forebygge. Men her finnes det også helt klare begrensninger. I PSTs instruks § 15 gis det ikke åpning for å registrere personer kun på bakgrunn av deres politiske eller religiøse overbevisning. Denne bestemmelsen setter grenser for hvilke personer tjenesten har rettslig grunnlag for å overvåke på bakgrunn av forebygging. EOS-utvalgets undersøkelser gjelder altså PSTs overvåkning av to muslimske miljøer, og hensikten var å se om dette kunne være problematisk i forhold til PSTs instruks § 15. Nå skal det sies at EOS-utvalget slår fast at PST har i utgangspunktet hatt grunnlag for å overvåke sentrale personer knyttet til dette miljøet. Utfordringen i saken viser seg å være at PST i tillegg har behandlet opplysninger om et titalls personer hvor tilknytningen til disse miljøene har vært fjern og i hvert fall så fjern og perifer at kravene om registrering ikke synes å ha vært oppfylt. Sånn sett kan tjenesten ha registrert opplysninger om disse som ikke ha vært nødvendig for tjenesten å følge med på. Vi snakker her om en rekke personer som er registrert kun på bakgrunn av hva som er kjent om deres religiøse overbevisning, og der registreringen kommer i strid med den omtalte § 15. PST har hatt tak i dette dette og satt i verk flere tiltak for å rydde opp i registreringspraksisen, og det er bra. Kristelig Folkeparti mener det er viktig at de hemmelige tjenestene er under demokratisk kontroll og demokratisk styring, og som jeg innledet med: EOS-utvalget bidrar gjennom sitt arbeid og sine undersøkelser til å skape tillit, samtidig som Stortinget får nyttig informasjon om tjenestene. For ytterligere å bedre EOS-utvalgets arbeidsforhold og kontrollfunksjon er også Kristelig Folkeparti med på å fremme en lovendring og presisering av EOS-loven § 4, slik at utvalget får hjemmel også til å inspisere private selskaper som bistår PST i sin

noe som jo vil øke muligheten for bruk av ganske inngripende overvåkingsmetoder, ganske enkelt. Dette vil føye seg inn i rekken av mange ting som har skjedd de siste årene, som egentlig tilsier at EOS-utvalget får en større og større jobb

hvert fall hvis det viser seg at de terrorlovene som justiskomiteen enstemmig har innstilt til, faktisk blir vedtatt. Da vil det settes veldig store krav til et EOS-utvalg, og det må følges opp med flere ressurser hvis det skal kunne gjøres på en ordentlig måte. Det andre momentet er en særmerknad som Venstre har i innstillingen. EOS-utvalget har gjort akkurat som de har fått beskjed om, og som de har mandat til i varslingsstrukturen. Vi syns likevel det er rart at man må klage for å få beskjed om at man har blitt ulovlig overvåket. Jeg skjønner at det ikke går an å varsle alle, både fordi alvorlighetsgraden er ulik, og fordi man ved å varsle at noen har blitt overvåket feil, kan komme til å røpe noen som har blitt overvåket riktig. Det er en balansegang i dette, men jeg syns det er mange gode poenger i brevet fra Norsk Redaktørforening og andre innenfor medieverdenen, hvor de sier de syns det er underlig at de journalistene som spør, får svar, mens de som ikke gjør det, ikke blir varslet. Jeg tror det kan føre til mye negativt, for EOS-utvalget får veldig mange spørsmål som de kanskje ikke hadde trengt å bruke ressurser på, fordi folk spør for sikkerhets skyld. Jeg tror vi må ha bedre rutiner for dette, og folk må føle at det er en sammenheng mellom det å bli avslørt ulovlig overvåket og den oppfølginga man får i ettertid. Dette er en jobb som presidentskapet nå har fått, men vi mener at vi her må ha en ordentlig gjennomgang av hele regelverket, for dette henger ikke sammen med folks rettsoppfattelse og deres oppfattelse av hvordan systemet skal være. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 23, 24 og 25. Dette er en halvårlig øvelse som Stortinget gjør – en viktig og arbeidskrevende øvelse – men som heldigvis ikke bidrar til de

seg. Det er at departementenes avslag på innsynsbegjæringer kan påklages til Kongen i statsråd i henhold til offentlighetsloven § 2. I denne kontrollperioden foreligger det ti slike klager til Kongen i statsråd. For at Kongen i statsråd skal kunne behandle disse klagene, er det naturligvis en forutsetning at Kongen i statsråd forstår hva klagene dreier seg om. om. I ett av disse tilfellene er den kongelige resolusjonen utferdighet på en sånn måte at det er helt umulig å forstå hva klagen egentlig dreier seg om, eller hva saken egentlig dreier seg om. Man har altså ikke evnet å sette statsrådet i stand til å vurdere innholdsmessig det klagen går ut på.

Så har komiteen også denne gangen ved hjelp av Stortingets utredningsseksjon gjennomgått to forskrifter for å sjekke om de er i tråd med det som er Stortingets forutsetninger og hjemmelsgrunnlag. Det ene er forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker, forskrift 2012–12-14-1227. Der konkluderer utredningsseksjonen med at forskriften ikke strider mot noen føringer eller forutsetninger gitt av Stortinget, hvilket komiteen er enig i og selvfølgelig er fornøyd med. I tillegg har utredningsseksjonen gått igjennom forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen, forskrift 2012–08-29-843. Der har utredningsseksjonen kommet med en uttalelse som jeg tillater meg å sitere litt fra: «Utredningsseksjonen mener at for å avskjære tvil om rekkevidden av hjemmelen, burde forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen vært hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd i tillegg til pasbrul § 2-1c fjerde ledd.» lyttet til utredningsseksjonen og ber departementet vurdere hvordan dette eventuelt kan følges opp. Det er altså ikke noen sterkere anmodning fra komiteens side enn det. Med det er denne enstemmige og grundig gjennomarbeidede innstillingen lagt frem til en slags debatt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 26. Jeg legger fram en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. I Riksrevisjonens årsmelding gjøres det rede for Riksrevisjonens rammevilkår, styringssystem og

den gode forvaltning. Det er i tråd med det jeg oppfatter som Riksrevisjonens rolle i norsk politikk og i norsk forvaltning. I et demokratisk samfunn er det helt nødvendig med kontroll av forvaltningen. Riksrevisjonen er Stortingets største eksterne kontrollorgan, og det er viktig for Stortinget at det er en kontinuerlig gjennomgang av forvaltningens evne og vilje til å følge opp Stortingets beslutninger – ikke minst fordi vi som folkevalgte skal ivareta enhver borgers rett til og krav om å få vite om ressursene brukes effektivt og i tråd med politiske vedtak. Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité mener at årsmeldingen viser at Riksrevisjonen arbeider iherdig og målrettet for dette ambisiøse målet om effektiv kontroll og en bedre forvaltning. Det er verdt å merke seg at Riksrevisjonen i ulike opinionsundersøkelser scorer svært høyt på både troverdighet, integritet, profesjonalitet og kompetanse. Videre har komiteen merket seg at forvaltningen i det store og hele synes å være tilfreds med det arbeidet Brukerundersøkelsene har dokumentert at forvaltningen særlig opplever en god dialog med Riksrevisjonen. Det kommer også fram at 82 pst. av respondentene i forvaltningen opplever at Riksrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse i gjennomføringen av oppgavene. Det finnes – nær sagt selvfølgelig – imidlertid forbedringspunkter også for Riksrevisjonen. På to punkter sier brukerundersøkelsene at det er varierende resultater for måloppnåelse: god rettledning og presentasjon av revisjonsresultatene. Komiteen er tilfreds med at Riksrevisjonen selv gir uttrykk for at den vil legge vekt på å forbedre disse to punktene. I 2012 sendte Riksrevisjonen 15 forvaltningsrapporter til Stortinget. Rapportene viser – om enn på litt ulike måter – at forvaltningen bør tilpasses styring, oppfølging og kontroll bedre til de mål og krav som gjelder for virksomhetene eller området. Det er avgjørende viktig at Riksrevisjonen følger med i de reformer, utviklingsprosesser og planer som til enhver tid skjer i norsk forvaltning. Årsmeldingen gir oss en god oversikt over en bred virksomhet som det er viktig for Stortinget å få informasjon om for å kunne fylle sitt ansvar som konstitusjonelt kontrollorgan. Komiteen mener det er viktig at Riksrevisjonen tar tak i problemstillinger som går på tvers av departementene. Et tverrsektorielt blikk er både fornuftig og nødvendig, ikke minst fordi politikkområder henger sammen, og fordi de påvirker hverandre.

og som har stor innvirkning på den enkeltes levekår og muligheten til livsutfoldelse. Komiteen er derfor glad for og slutter seg til at Riksrevisjonen retter sin oppmerksomhet mot disse områdene i årene framover. Det er viktig at Stortingets målsettinger nås, og det er en forutsetning for et godt samfunn. Til slutt vil jeg trekke fram Riksrevisjonens Det er bra at Riksrevisjonen bistår til utvikling av riksrevisjoner for å fremme bedre og mer effektive styresett i utviklingsland. Komiteen er tilfreds med at Riksrevisjonen medvirker til større åpenhet og bedre forvaltning i de internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av. Kontroll- og konstitusjonskomiteen konstaterer at de internasjonale aktivitetene er i pakt med Riksrevisjonens målsetting

i det som er framlagt for oss, at i 2012 sendte Riksrevisjonen 15 forvaltningsrevisjonsrapporter til Stortinget, og disse forvaltningsrevisjonene dokumenterer svak måloppnåelse, lav effektivitet og/eller forvaltningspraksis på de undersøkte områdene, er jo det imidlertid tegn på at den erfaringa som en har trukket ut av forvaltningsrevisjonsrapportene hittil, ikke har vært tilstrekkelig til å få den nødvendige forbedring – sjøl om vi skal være klar over at de områdene som her er forvaltningsrevidert, er områder som en har hatt grunn til å se at det er størst behov for å gjøre noe med. Det jeg ønsker med dette innlegget, er å rette norsk offentlig forvaltning i dag ledes, hvordan ledelse utøves. Vi har vært inne på dette i forhold til beredskapsorganisasjoner, vi er ganske ofte inne på det i forbindelse med spesialisthelsetjenesten, og mange har meninger om det i forhold til Nav. Svært mange som er berørt av det, har en mening om det i forhold til barnevernet, og senest i dag fikk vi et presseoppslag om hvordan forvaltninga er innenfor Jernbaneverket. Jeg syns at dette temaet om ledelse har altfor lite fokus, og at det er for lite debatt rundt de rapportene som Riksrevisjonen gjør, som etterlater det inntrykk at her er det store forbedringsmuligheter. Det ble mye diskutert i forbindelse med kontrollkomiteens innstilling om hvor en i kapittel 3.8.1 i regjeringspartienes merknad gikk inn på det som er kalt for «oppdragsbasert ledelse», en ny desentralisert ledelsesfilosofi for å sikre initiativ, kreativitet og eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og dermed en kollektiv forpliktelse, hvor hensikten er at den hvor hensikten er at den som har den beste situasjonsforståelsen, skal innse viktigheten av og øves opp til å handle sjølstendig, men i tråd med det overordnede nivåets intensjon, som det den gang het. Sjølsagt må ledelse utøves forskjellig enten det er forvaltningsorganer, der rettsstatsverdier har høy prioritet, eller i beredskapsorganisasjoner, men nøkkelordet er det å ta ansvar, det å ha en ledelse som er slik at en gir ansvar, og at en dekker opp de personer som står i førstelinja. Jeg tror det er vesentlig at vi ut ifra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsrapporter får mer diskusjon om hvordan vi utøver ledelse i det offentlige, sånn at vi sikrer at dette ansvaret blir bedre, og at det dermed blir en mer effektiv, mer rettssikker og en bedre forvaltning av det som er så vesentlig for å sikre rettferdighet og trygghet for innbyggerne. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 27. Vi behandler nå sakene nr. 28–45 samlet. Alle sakene gjelder andre gangs behandling av lovsaker. Det er lovvedtak fra og med nr. 73

Jeg skal

det var tidligere – det er

migrasjon. Men det er

Jeg skal

sine

Vi tar voteringen på nytt.

øvrige paragrafer under I og over II. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de ønsker å stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og

Det foreligger ingen forslag til anmerkninger til noen av lovvedtakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er